Da er Stortinget klar til å gå til votering. Under debatten er det satt fram i alt ti forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Ruth Grung på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 4 og 5, fra Ruth Grung på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslagene nr. 6 og 7, fra Kjersti Toppe

Jeg stemte feil. Siden det er flere representanter som har stemt feil, tar vi voteringen på nytt. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Presidenten antar at Senterpartiet også her vil stemme